skal vi

Sak nr. 5 er andre gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 1. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Ber noen om ordet før møtet heves? – Det gjør ingen, og møtet er

Det gjør ingen, og møtet er dermed